og loven i sin helhet. Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Tuva Moflag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 3, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Nicholas Wilkinson på vegne av Sosialistisk Venstreparti

De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene. Sakene nr. 6 og 7 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 77 og 78. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er